I 2009 sende Fiskeri- og kystdepartementet fleire forskriftsendringar om eksport av fisk og fiskeprodukt på høyring. Høyringa inkluderte også forslag om å avvikle hermetikkavgiftslova og å innlemme varer som var omfatta av hermetikkavgiftslova, i FoU-avgifta til Fiskeri- og havbruksnæringa sitt forskingsfond. Ingen av høyringsinstansane hadde innvendingar mot å Komiteen konstaterer at innføringa av FoU-avgift til Fiskeri- og havbruksnæringa sitt forskingsfond har endra føresetnadene for hermetikkavgiftslova. FoU-avgifta er eit heilskapleg og oversiktleg system ved at det blir betalt FoU-avgift for all eksport av fisk og fiskeprodukt. Ein samla komité støttar derfor forslaget om å oppheve hermetikkavgiftslova. Dagens lovverk føreset konsensus for å gjere vedtak i styret for Fiskeri- og havbruksnæringa sitt forskingsfond. I ei evaluering blei det foreslått å fjerne konsensuskravet. Forslaget har vore på høyring, og ingen av høyringsinstansane hadde innvendingar mot forslaget. Andre ordningar for forskingsfinansiering har ikkje krav om konsensus, og konsensuskravet kan føre til lite dynamikk og lite framtidsretta bruk av forskingsmidlane. Derfor har komiteen gått samrøystes inn for at vi skal oppheve konsensuskravet og berre krevje vanleg fleirtalsvedtak i styret for Fiskeri- og havbruksnæringa sitt forskingsfond. Eksportutvalet for fisk har eit namn som ikkje lenger er dekkjande for aktiviteten i organisasjonen. Arbeidsoppgåvene i dag er hovudsakleg felles marknadsføring av norsk sjømat og arbeid med omdømmebygging knytt til norsk sjømat. Derfor er det naturleg å fjerne ordet «eksportutvalet» frå namnet. Komiteen støttar derfor samrøystes opp om forslaget om å endre namnet frå Eksportutvalet for fisk til Noregs sjømatråd AS. Dermed legg eg fram ei samrøystes innstilling frå komiteen.

Vår levestandard øker, og den enkeltes forventning til hva pensjonsalderen skal bringe, vil være individuell. Det en kan si med en rimelig grad av sikkerhet, er imidlertid at forventningene til standard og frihet til å reise og nyte livet vil øke. Med de omleggingene som er foretatt i det offentlige pensjonssystemet, vil den enkelte måtte ta større ansvar for sin pensjonstid selv. Det vil sannsynligvis ikke være samsvar mellom det som er den framtidige folketrygdens ytelser, og den enkeltes forventninger. Stortinget har bl.a. understreket dette gjennom å gjøre tjenestepensjonen obligatorisk fra 1. januar 2006. Derfor sparer svært mange ekstra til pensjon, enten det er gjennom tjenestepensjon, individuelle pensjonsforsikringer Det er store beløp vi snakker om her. Utviklingen i kundefond tilknyttet ytelsespensjon i norske livselskaper er nå mer enn 700 mrd. kr når en inkluderer fripolisene. Derfor er det også særdeles viktig å fokusere på at livselskapene har betingelser som gjør at de kan forvalte dette ansvaret på en optimal måte og bidra til å legge forutsetningene på plass for en god forvaltning. Denne høsten har i så måte vært tankevekkende. Det er gjennom debattinnlegg i media – i hovedsak Dagens Næringsliv og Aftenposten – blitt ropt varsko om at livselskapene står i fare for å bukke under om ikke rammebetingelsene blir endret. Det blir påstått at dagens regelverk gir som resultat at de ikke kan optimalisere den langsiktige avkastningen på kundens og den framtidige pensjonistens sparing. Fra 2013 er planen å innføre et nytt solvensregelverk i Norge, basert på regler innenfor såkalte Solvens 2. Signalene er også at rammebetingelsene for norske tjenestepensjonsprodukter i liten grad er tilpasset dette. Medfører disse påstandene riktighet, er det både alvorlig og utfordrende. Jeg tar for gitt at finansministeren er enig i det. Dette er en utfordring som krever politisk fokus, for utfordringen ligger på flere plan. Det er til dels orkan i Gjeldskrise, manglende framtidstro og evne til å skape arbeid og velferd i mange land i Europa er bakteppet. Det diskuterer vi ganske jevnlig også i Stortinget. Rente- og obligasjonsmarkedene har vært inne i en fallende avkastningstrend de siste 20 årene. Den gang lå avkastningen i rentemarkedet på omtrent det dobbelte av den garanterte avkastning som selskapene ga. Til tross for at den garanterte avkastningen er senket fra 4 pst. til 2,5 pst. i dag, har avkastningen i rentemarkedene falt mye mer. Risikofrie renter ligger i dag lavere enn den rentegarantien livselskapene har stilt. Det er rimelig åpenbart at en periode med svært, for ikke å si ekstremt, lave renter og fallende aksjemarkeder gir store utfordringer for livselskapene og deres kunder. Det gir bl.a. som resultat at man i privat sektor forlater ytelsesbaserte pensjonsavtaler og går over til innskuddsbaserte, mens vi leser i avisene om kommuner som får store budsjettutfordringer fordi de fortsatt holder seg til ytelsesbaserte ordninger. Om dette er rett eller galt, er ikke mitt ønske å diskutere, men det sier mye om hvilken utfordring det er å skape trygghet rundt den framtidige utbetaling av pensjon. Forvaltning av sparepenger fram mot pensjon er et langsiktig tillitsforhold mellom selskap og kunde. Selv små endringer i langsiktig forventning til avkastning gir store utslag i nåverdi av de framtidige beløp. En ytelsesbasert pensjonsavtale får umiddelbart utslag i krav til innbetaling fra arbeidsgiver, mens en innskuddsbasert ordning vil kreve mer sparing fra den enkelte framtidige pensjonist om han ønsker å opprettholde samme pensjonsytelse. Den store forskjellen er hvor risikoen og ansvaret for å fylle opp manglende beløp ligger. I ytelsesbasert ligger den hos arbeidsgiver, i innskuddsbasert hos arbeidstager. De krav om innbetaling som mange kommuner mottar for å fylle opp sine pensjonsforpliktelser, illustrerer dette svært godt. Det vil neppe bli samme fokus rundt konsekvensene for dem med innskuddsbaserte ordninger. De må enten senke sine forventninger eller øke innbetalingen, da spørsmålet er om rammebetingelsene her følger med på utviklingen. Dagens innskuddsbegrensninger medfører at innskuddsbaserte ordninger ikke vil kunne komme opp på samme nivå som ytelsesbaserte. Både Sverige og Danmark har langt romsligere regler på dette enn Norge. For livselskapene er det et misforhold mellom den årlige garanterte avkastning og den langsiktighet som ligger i en pensjonsspareavtale. Intensjonen bak en garantert avkastning er åpenbart god. Sparingen skal sikres. Men kan det bli slik at det gode Årlig avkastningskrav som må innfris, vil medføre et kortsiktig fokus i en forvaltning som har en langsiktig karakter. Det er uheldig. Bufferkapitalen selskapene har bygd opp, kan ikke brukes til å dekke opp negativ avkastning i et år. Dette må derfor dekkes inn av selskapet, og risikoen blir svært stor for selskapet og dets eier. Det burde her være mulig å vurdere garantier som er flerårige, eller som retter seg mot det sluttvederlag som er avtalt, slik at selskapene ikke går inn i panikksalg av bl.a. aksjer som følge av det årlige avkastningskravet. Dette er store beløp, og ikke-optimale rammebetingelser kan lett forsterke de markedssvingningene man ser. Den norske Den norske stat er rik. Det gir både trygghet, handlefrihet og glede, noe som gjentas ganske ofte i denne sal. Men for et langsiktig privat sparemarked, som pensjoner, gir det også utfordringer. Livselskapene har et stort behov for et langsiktig norsk obligasjonsmarked. Statsobligasjoner vil, selv om eurokrisen synes å så tvil om denne tesens sannhet, være prefererte, trygge plasseringer for langsiktig forvaltning for livselskapene. I Norge er disse markedene svært små, fordi statens lånebehov er lavt. Det gir spesielle utfordringer for selskapene, men er også noe finansministeren bør ha fokus på. Hvordan kan vi skape et tilstrekkelig og langsiktig norsk obligasjonsmarked, slik at selskapene finner plasseringer som i sin langsiktighet står i forhold til den langsiktighet som sparekontraktene tilsier? Livselskapenes forvaltning er av noen i media blitt sammenlignet med oljefondet, fordi de opererer med langt lavere aksjeandel i sine porteføljer enn oljefondet. Dessuten gir oljefondets mandat de motsatte effekter av hva vi ser hos livselskapene. Oljefondet kjøper aktivt aksjer i dårlige tider og avhender i gode, Dette burde i seg selv være nok til at man retter et fokus mot hvilke rammebetingelser selskapene har. Oljefondet og livselskapene er selvfølgelig ikke fullt ut sammenlignbare, fordi intensjonen bak oljefondet er at det skal være et evigvarende, nasjonalt fond, mens livselskapene forvalter en mengde individuelle avtaler med forskjellig gjenværende løpetid for enkeltkunder. Ønsket om optimal risikoprofil vil variere fra kunde til kunde og avhenge av alder og tid fram til pensjonsalder. Fokuset når det gjelder rammene for livselskapenes forvaltning, må derfor være å gi kunden en mulighet til å velge en profil på forvaltningen som passer den enkelte, men innenfor en ramme av hva selskapene kan garantere av langsiktig avkastning og risiko. Debatten i media den siste tiden kan tyde på at det skapes incentiver også på dette området som ikke er optimale i forhold til langsiktig, god forvaltning og avkastning. Pensjonssparing er komplisert og vanskelig. Jeg vet at Banklovkommisjonen har fått i oppdrag å tilpasse tjenestepensjon til grunnprinsippene i folketrygden, men min interpellasjon har et bredere fokus enn jeg oppfatter at dette mandatet har. Det spares for å skape trygghet, og endringer av rammevilkårene må selvfølgelig gjøres med forsiktighet,

og vil han legge til rette for en mer fleksibel bruk av bufferkapital og porteføljeprofiler som kan sikre kundene en optimal forvaltning av de langsiktige tilleggspensjoner?

Det betyr at selskapene skal kunne oppfylle sine forpliktelser, ofte langt inn i framtiden. Derfor har vi krav om fondering, krav til kapitalforvaltning, krav til ansvarlig kapital og offentlig tilsyn. I tillegg er det viktig at selskapene til enhver tid kan dekke de fordringer eller de krav som kundene har mot

eller et pensjonsforetak – en avtale som kan utformes på flere måter. Det er viktig å understreke at det er ingen tvang om avkastningsgarantier i pensjonsregelverket. Selskapet må selv ta stilling til om en vil garantere en viss avkastning, men når selskapet først har inngått en slik avtale, må den lovnaden holdes i gode og

Så er det riktig, som interpellanten også sa, at en nå har satt ned den øvre grensen, og fra 1. januar 2012 er den 2,5 pst. for foretakspensjon. Når selskapene først har lovt en garantert avkastning, krever regelverket en årlig oppfyllelse av avkastningen i form av at selskapene avsetter tilstrekkelige midler til å dekke garantien. garantien. Det betyr at har du lovt kunden en årlig avkastning på 3 pst., skal avkastningen til kunden øke med minst 3 pst. hvert år. Grunnene til at det er en slik regel, er at det til enhver tid skal være dekning for de pensjonsmidler som kunden at dersom kundene ønsker å flytte en forsikring, skal det kunne utøves uten at en får en regning om ekstra innbetaling for å dekke opp for manglende eller lovt avkastning, at forutsetningene for framtidig avkastning på pensjonsmidler ikke er for optimistisk, og at pensjonsmidler ikke forsvinner som følge av at markedet faller, eller som følge av at arbeidsgiver opphører, f.eks. ved konkurs eller ved avvikling.

som minst svarer til den avkastningen som selskapet har lovt kundene. Selskapets risiko vil selvsagt variere etter garantiens størrelse, hvordan selskapet har satt i hop porteføljen sin og den bufferkapitalen som selskapet har tilgjengelig. Dette er i hovedsak forhold som selskapet selv har herredømme over. Selskapene har et stort antall fripoliser, der de har garantert avkastning på pensjonskapitalen, og der de ikke har anledning til å kreve inn en slik premie fordi fripolisene er ferdigbetalt fra kundenes side. Her har altså selskapene fått betalt for den forpliktelsen de har påtatt seg. Så er det riktig å si at både livsforsikringsselskaper og pensjonsforetak bør ha en fornuftig investeringsstrategi. Den må gjelde både i oppgangstider og i nedgangstider. Vi hører ofte i nedgangstider at regelverkets krav om en årlig oppfyllelse av rentegarantier tvinger selskapet til en for kortsiktig horisont på investeringene. Det er en debatt som dukker opp med jevne mellomrom, og som jeg ikke er ukjent med. Når det går bra, hører vi lite til dette. Det dette. Det er viktig også å understreke at det er et ansvar selskapene har for å avpasse forholdet mellom soliditet og den risiko de velger å påta seg. Som nevnt er det viktig at livsforsikringsselskap og pensjonsforetak har en fornuftig investeringsstrategi. Etter at Stortinget vedtok nye lovregler om obligasjoner med fortrinnsrett våren 2007, mulig for næringen å utvikle dette markedet videre, slik at OMF-er i større grad blir et interessant investeringsobjekt for pensjonsleverandører. Vi har nylig fra Finansdepartementets side fastsatt regler for kapitalforvaltning i forsikring. De nye reglene åpner i større grad enn tidligere for såkalte infrastrukturinvesteringer. Dette var et klart ønske fra næringen. Men det er også slik at investeringer i selskaper som eier eller driver fysisk infrastruktur, også kan være et alternativ for å dekke opp langsiktige forpliktelser overfor kunder og medvirke til en langsiktig og stabil forvaltning av kundemidler. Som interpellanten viste til, har Banklovkommisjonen fått i mandat å utrede et nytt pensjonsprodukt som er bedre tilpasset modernisert folketrygd enn de tradisjonelt ytelsesbaserte produkter etter foretakspensjonsloven. Banklovkommisjonen har både god erfaring og er godt kjent med de utfordringer som livselskapene står overfor i dagens marked, og som representanten Gundersen tar opp i sin interpellasjon. Når Banklovkommisjonen nå arbeider med å utarbeide forslag til et nytt pensjonsprodukt, er det mange problemstillinger som en skal prøve å ivareta: fortsatt god kundesikkerhet, hensynet til behandlingen av pensjonsordningen i arbeidsgiverforetakets regnskaper, hensiktsmessig tilpasning til de nye solvensreglene for forsikringsselskaper – Solvens mulighet for overgang mellom nåværende ordninger og nye ordninger mv. Dette er et utredningsarbeid som stiller store krav faglig sett. Men jeg vil nok en gang understreke at selv om en kommer fram til pensjonsprodukter som er bedre tilpasset pensjonsreformen, blir ikke risikoen borte. Et kjernespørsmål blir derfor å vurdere hvem som skal bære risikoen, betale for risikoen og treffe de avgjørelser som medfører hvilket nivå en skal legge risikoen på. Men jeg stoler på at Banklovkommisjonen med den brede kompetansen den har, vil legge grunnlaget for de beste løsninger og finne fram til gode og omforente løsninger. Jeg er opptatt av at dagens og framtidens regelverk skal legge til rette for langsiktig Samtidig skal regelverket bidra til solide og gode selskaper. Dette er viktig for at de løfter en gir kundene, kan holdes, og dermed også for den tilliten som kundene skal ha til

og vi kan også være enige om at risikoen i dette aldri kommer til å forsvinne, uansett hva man gjør fra myndighetenes side. Det er klart at lavt rentenivå gjør at svingninger i nåverdi blir desto større selv om det blir små svingninger i rentenivåene. Det er ganske naturlig at man kanskje ikke hører så mye fra selskapene når ting går bra, for da er heller ikke forpliktelsene noe problem. Det er i nedgangstider man hører om dette. Et av mine spørsmål var bl.a. om man ikke kunne se litt på dette med bufferkapital, og i og med at vi har et årlig krav til avkastning, om man ikke da også kunne løse litt på bruken av bufferkapital, for jeg vil jo tro at bufferkapital typisk bygges opp i gode tider. Det håper jeg vi kanskje kan få en kommentar på litt senere i debatten. Hva som er fornuftig investeringsstrategi, er det ikke så veldig enkelt å si noe om. Det kan vi også være Men jeg konstaterer jo at forvaltningen av oljefondet og mye av den rent praktiske tilpasningen du ser ute hos mange av selskapene, er veldig forskjellig, og da kommer man ikke helt utenom at mandatet til oljefondet er noe helt annet enn de rammene som man gir

så langsiktig profil på sine investeringer som livselskapene har. Det må bli et motsetningsforhold og kan fort føre til altfor kortsiktig horisont når det gjelder mye av det man foretar seg. Derfor var også et av spørsmålene om man kan tenke seg å gå inn i en diskusjon rundt at man mer garanterer den verdien som hver Men dette er et vanskelig tema. Det blir neppe noen gang allemannseie. Men jeg synes det er veldig store beløp vi snakker om her. Det er mange mennesker som er avhengige av at selskapene innfrir sine forpliktelser, og jeg synes vi skal fortsette å ha et kontinuerlig fokus på rammebetingelsene.

da må en prøve å finne den riktige balansen mellom å ha solide og robuste selskaper på den ene siden og at kundene kan stole på selskapene på den andre siden. Jeg vil bruke tiden min til å kommentere to spørsmål. Det er slik i dag at regelverket er fleksibelt. Det ene er den øvre grensen for avkastning, der det er mulig å legge seg på en lavere grense enn den øvre Samtidig er det også åpnet for den mulighet at du kan ha femårige og ikke årlige avkastningskrav, altså at du kan se det i et lengre tidsrom. Så er det slik at kunden også har en flytterett. Hvis man ikke er fornøyd med det selskapet man har, kan man flytte forsikringen. Det må veies opp mot at slik at flytteretten blir reell. Men det som er situasjonen i dag, er at muligheten for å ha den fleksibiliteten over flere år, som ligger i regelverket, faktisk er veldig lite benyttet. Man kan jo spekulere om årsaker til det. Det andre spørsmålet gjelder tilleggsavsetninger. Tilleggsavsetninger er bufferkapital som kan tas av et eventuelt avkastningsoverskudd i det enkelte år. Tilleggsavsetninger kan benyttes til å dekke manglende avkastninger i et år der garantert avkastning ikke oppnås. Avkastningsoverskuddet ville ellers tilfalt kunden og kontrakten. På den måten bidrar kunder til å bygge opp bufferkapital i selskapene. Næringen har ved ulike anledninger tatt til orde for at eller negativ avkastning, dvs. når avkastningen er under null i det enkelte år. Det er slik at da Stortinget behandlet dette spørsmålet i lovutkastet til nye livsforsikringsregler i 2004, sluttet Stortinget seg til at det ikke skulle åpnes for det i loven. Det er jeg enig i, fordi tilleggsavsetninger også er kundens midler, og det bør være slik at dersom avkastningen blir under null, bør det i første rekke gå mot selskapets ansvarlige kapital. Det er denne avveiningen mellom sikkerhet for kunden på den ene siden og behovet for å ha solide og robuste selskaper på den andre siden. Representanten Gundersen tar atter en gang opp en interessant og

Livsforsikring og pensjonskassen er en del av nordmenns trygghet for framtiden. Det er derfor avgjørende at selskapene som forvalter disse midlene, er solide og i stand til å ivareta sine forpliktelser overfor sine kunder. Vi kan ikke sette oss i en slik situasjon at vi risikerer at selskapene ikke kan utbetale kundens midler. Derfor må kravene til sikkerhet være strenge. Som representanten Gundersen riktig påpeker, er dagens internasjonale økonomiske situasjon krevende og byr på utfordringer i forhold til risiko og forventet avkastning. Dette gjelder livsforsikringsselskapene og pensjonskassene så vel som andre finansielle investorer. Dagens regelverk tar imidlertid høyde for en del av denne uroen, slik finansministeren beskrev, beskrev, bl.a. er det satt en øvre grense for hvor stor avkastning selskapene kan love. Når vi ser at de fleste selskapene velger å legge seg på denne øverste grensen, må vi anta at selskapene også har lagt dette til grunn ved vurderingen av markedsrisikoen og har vurdert at de fortsatt er i stand til å holde løftet om garantert avkastning. I tillegg har selskapene og kundene anledning til å bli enige seg imellom om en femårig avkastningsgaranti, noe som gir økte muligheter for å tilpasse seg markedssituasjonen. Kunden har også mulighet til selv å velge sammensetning og risikoprofil, både innenfor ytelsesbasert og risikobasert pensjon. Man bør imidlertid ha god kunnskap om risiko og forventet avkastning. Det finnes nok av eksempler på spareprodukter som er av stor kompleksitet, hvor kundene har tapt sparepengene sine. Når det dreier seg om pensjoner og livsforsikringer, er dette av så stor betydning for folks trygghet at vi må være ekstra bevisst på å sørge for et regelverk som ivaretar stor grad av sikkerhet for et regelverk som ivaretar stor grad av sikkerhet for kundene. Ett av de viktigste grepene selskapene kan gjøre, er å sørge for å ha tilstrekkelig kapital, slik at de ikke må selge seg ut under antatt kortsiktige konjunkturnedganger. Det handler om å spare opp midler i gode tider for å stå bedre rustet i nedgangstider, på samme måte som vi i Norge setter av størstedelen av oljeinntektene i gode tider for å kunne møte de dårligere dagene. dagene. Dette kan gjøres eksempelvis gjennom tilleggsavsetninger i gode år. Klarer man å unngå å måtte selge på kortsiktige «dipper» i aksjemarkedet, vil det også komme selskapene og kundene til gode. Finansnæringen har ønsket å utvide adgangen til å foreta investeringer på nye områder som de vurderer kan sikre næringens lange Infrastrukturinvesteringer har vært framhevet som en sånn type investering. Fra og med januar i år ble det adgang til å plassere kundemidler nettopp i infrastruktur. Men på bakgrunn av forsikringsvirksomhetslovens generelle regler om hva slags virksomhet et forsikringsselskap kan drive, er det vanskelig å få tillatelse til å investere store midler i den slags prosjekter. Jeg er glad for at regelverket er såpass strengt som det er,

Da er det viktig med et regelverk som legger opp til en fornuftig investeringsprofil med moderat risiko og tilstrekkelig kapitalbase i selskapene. Jeg vil til slutt vise til Finanskriseutvalget og Finanstilsynets innspill på livsforsikrings- og pensjonsområdet. Vurderingene er oversendt Banklovkommisjonen, som vi har hørt tidligere her i kveld, for videre utredning. Jeg imøteser denne utredningen. Jeg synes for øvrig finansministeren ga en utførlig og Jeg imøteser denne utredningen. Jeg synes for øvrig finansministeren ga en utførlig og god redegjørelse til interpellanten, som igjen skal ha ros for å ha tatt opp en aktuell problemstilling i denne salen. Jeg vil føye meg inn i rekken av dem som skryter av at representanten

produktene. Vi kan ikke se på at disse midlene går tapt i framtiden. Interpellanten Gunnar Gundersen påpekte også i debatten at livsforsikringsselskapene og pensjonskassene skal ha årlig og langsiktig garantert avkastning for pensjonister og sparere. Det er en god intensjon, men slik det internasjonale markedet har utviklet seg, kan det føre til og lavere pensjoner til kundene. Mange medier har påpekt risikoen for at livselskaper kan gå over ende. Det er et varsku om at en bør se nærmere på rammeverket. Jeg støtter representanten Gundersen i hans initiativ til en gjennomgang av rammeverket, slik at selskapene og kundene kan sikres i kan skape en langsiktig avkastning. I en slik gjennomgang bør en se på rammeverket også i våre naboland og ellers i land som det er naturlig å se på, og på hvilken portefølje selskapene har anledning til å ha. Selvfølgelig må en slik gjennomgang ikke føre til høyere risiko. Selv om det selvfølgelig er selskapene som bærer risikoen, er det viktig kundene har en bærekraftig pensjon. Flere selskaper ser på muligheten til å kunne gå større inn i realinvesteringer. Det har også vært nevnt av flere her. Da tenker jeg på infrastruktur som gassledning, linjenett etc. – sikre investeringer med langsiktig, fast avkastning. Jeg håper at statsråden vil se på disse sakene videre framover og ta det med i

viser at regnskapsførte pensjonskostnader vil stige med 25–30 pst. fram til 2014. Det betyr at pensjonskostnadene i Norge øker mer enn dobbelt så fort som lønnskostnadene. Jeg vil gjerne utfordre statsråden og spørre om han legger dette inn i sine beregninger for overføringene til kommunene. Dette vil på sikt kunne utfordre den ytelsesbaserte modellen i offentlig sektor, kanskje tidligere enn regjeringen og partene selv legger opp til i en evaluering i 2017. Det er ikke et spørsmål om hvorvidt dette vil gå ut over andre tjenester til innbyggerne, men om hvor mye. Ifølge Kommunal Rapport den 22. september i år fremkommer det at f.eks. Hå kommune i Rogaland får en økt pensjonspremie på 43 pst., og premieavviket deres øker med 600 pst. I Gjøvik kommune, som har ligget tilsvarende an, ligger pensjonsregningen an til å øke med 50 pst., ifølge et oppslag i Dagens Næringsliv. Sjefsaktuar i KLP, Roar Engen, sier til Kommunal Rapport at selskapet regner med at en gjennomsnittskommune må betale 26 pst. høyere premie neste år. Tallene er egentlig tilsvarende uavhengig av hvilken pensjonsleverandør kommunen har. Overført til hele kommunesektoren betyr dette at pensjonspremiene til neste år øker med mellom 6 og 10 mrd. kr. Etter at Finanstilsynet krevde at garantert rente settes til Etter at Finanstilsynet krevde at garantert rente settes til 2,5 pst., har det alene medført en økning i premiene på 10 pst. Pensjonspremie er altså hvor mye penger kommunen betaler til pensjonsselskapene hvert år, for å sette av penger til framtidige utbetalinger til pensjon. Deretter kommer reguleringspremien, som kommunene må betale på toppen av den ordinære premien. Statsbudsjettets forventing om 4 pst. lønnsvekst gir ikke bare store utfordringer for norsk eksportindustri, men også store utfordringer for norske kommuner – og dertil en økning i pensjonskostnadene. Pensjonskostnad er det beløpet som føres i regnskapet, men det er i praksis et relativt fiktivt beløp som ikke har noe med hva kommunen betaler i pensjonspremie å gjøre. Hensikten har vært å sørge for at pensjonskostnadene blir ganske jevne fra år til år, gjennom det Per 2010 var premieavviket på drøyt 20 mrd. kr. Jeg har sett prognoser nå som viser at premieavviket for 2011 er på 23 mrd. kr, mens KS frykter at det kan øke til 35 mrd. kr før kommunene faktisk begynner å nedbetale beløpet. Dette er ganske alvorlig for norske kommuner, fordi penger fjernes fra driftsregnskapet det året avviket oppstår, og skjules i balansen. I stedet føres det i I stedet føres det i driftsregnskapet i årene framover. Så mens regnskapet ser flott ut det første året, blir det verre i framtiden. Og så langt har premieavviket i norske kommuner økt og økt, og det blir altså ny rekord i 2012. Om de enkelttilfellene som Kommunal Rapport har fått dokumentert, er representative for resten av Norge, vil opp mot 7 mrd. kr i pensjonsutgifter ikke komme til syne i regnskapene for 2012, og det bør bekymre finansministeren, finanskomiteen og Stortinget.

det. Systemet må åpenbart bli forenklet i framtiden. Økonomisjefen i Åmot kommune, som ikke er av de største kommunene i landet, sier følgende om Kommune-Norge: «Det er uheldig med kompliserte, teoretiske løsninger som er vanskelige å forstå for politikere og administrasjonen.» Dette kan få enorme konsekvenser. Det blir skapt et system der man sender regningen til folkevalgte i neste periode, til andre i kommunen, og utsetter problemet. Dette er betenkelig og en ordning som ingen er tjent med på sikt. Jeg tror finansministeren er helt nødt til å se på ordningene med regnskapsføringene av premieavvik, i tillegg til den generelle diskusjonen vi nå etter hvert får, om framtidens ytelsesbaserte pensjoner og nivået på innskuddsbaserte pensjoner i offentlig sektor. Trygghet er viktig for oss alle. Sjølsagt er trygghet og økonomisk trygghet spesielt viktig for pensjonister. Jeg vil først understreke at det som må være den viktigste tryggheten, er folketrygden. Det er den

for. Jeg vil understreke behovet for å ha solide regler for folketrygden, slik at det kan være en fullgod ordning for vanlige folk ved deres pensjonsalder. Det syns jeg ikke har kommet fram i særlig grad her. Mange av oss ønsker å ha trygghet utover det, og mange velger da å ha en trygghet knyttet til private pensjoner og livsforsikring, og som det er sagt: Dagens økonomiske situasjon gjør at det kommer store utfordringer i tida framover. Det er også et alternativ for unge folk å tenke på sine eldre dager at en rett og slett kan spare i andre verdier enn i finanspapirer – en kan spare i realverdier, en kan spare i hus og hjem eller i gård og grunn, som det heter ute på bygda. Jeg vil ikke unnlate å si dette fra Stortingets talerstol. Det er fortsatt en del mennesker som har stor respekt for den måten å spare på. Og ære være dem for det! Det som interpellanten tar opp, er et krevende teknisk regelverk, og jeg har litt vanskelig for å forstå hva som egentlig er interpellantens forslag til løsning. En ber ikke om mer statlige penger, men regler som bedre skal skaffe penger fra noen.

Vi står altså i en situasjon hvor pensjonssparing – som jeg er enig med interpellanten må være langsiktig, og som er vanskelig i slike tider – kommer mer i fokus, og jeg er veldig glad for at vi nå har fått «langsiktighet» inn som et begrep. Det er et bra ord. Det er et ord som hører nøye sammen med trygghet for kommende generasjoner. Tidligere, da kapitalismen og

og det er spørsmål om hvordan en da skal sikre både en rimelig avkastning og det som de fleste nå ser på som det aller viktigste, nemlig sikkerhet for plasseringene. Det legges langt større vekt på sikkerhet, og jeg er veldig glad for det. Jeg vil bare avslutte med å si at det som egentlig bør være kjernen i dette spørsmålet nå, er realøkonomien – det er fokus på realøkonomien. kan dermed legge til rette for mer robust og mer framtidsrettet produksjonsliv og realøkonomi i Norge, slik at de som sitter som forvaltere av disse pensjonsmidlene, kan finne gode investeringsobjekter innenfor det ordinære, private næringsliv. Det er i dag en stor svakhet, for det er for få investeringsobjekter innenfor det ordinære, private næringsliv – det produserende næringsliv. Når det er for få der, kommer fokuset naturlig på om en ikke da kan investere i objekter som det tidligere var naturlig å se på at staten og det offentlig skulle eie. Senterpartiet ser det ikke som naturlig at selskaper her i større grad skal engasjere seg om det er i kraftverk, i veier, i skolebygninger, i sjukehus eller det som der er. Det er en offentlig oppgave. De private pensjonsforsikringene må primært plasseres innenfor et offensivt privat næringsliv som gis rammebetingelser fra denne sal, slik at en kan tjene penger på en ordinær, langsiktig måte. Her har vi et skjebnefellesskap mellom forvalterne av kapitalen og de av oss som er mottakere av innbetalte pensjoner – at vi legger til rette for en bedre realøkonomisk utvikling. Jeg takker for debatten. Det er

Jeg har oppfattet at det er et rop om hjelp der ute. Hvis problemene i realøkonomien – som Lundteigen ynder å snakke om – er så store som man kan lukte, tror jeg vi bare har sett starten på de ufordringer som disse selskapene står overfor, dessverre. Det har vært noen ganske dramatiske overskrifter, i bl.a. Dagens Næringsliv. Det begynte med pensjonsrus, det var «Pensjoner i krise», og Finanstilsynet mener eierne må bla opp. Dette – som jeg var inne på – dreier seg om store beløp. Det kan komme voldsomme belastninger både på selskapene og eierne, og det kan sås tvil om pensjoner, for der er vi alle enige. Det må ikke bli tvil om en forsvarlig forvaltning og avkastning når det gjelder hva disse pensjonene til syvende og sist skal gi. Der oppfatter jeg at alle er helt

Men, som sagt, jeg håper at finansministeren har en aktiv dialog med bransjen, for det er først og fremst mellom det profesjonelle byråkratiet og det profesjonelle apparatet som er i Finansdepartementet og bransjen, at man må finne de gode løsningene på dette. Jeg opplever at Stortinget er veldig enig om intensjonene bak hvordan slike midler skal forvaltes, og takker egentlig bare for

Det er en ny mulighet, og selvsagt skal vi også se på om det er muligheter for å utvikle den investeringsmuligheten. Så langt har vi hatt én søknad. Den har vi godkjent, men vi reduserte eierandelen noe i forhold til det ønsket selskapet hadde. Det var for å bringe dette i samsvar med regelverket i forsikringsvirksomhetsloven. Men det er et interessant område som en absolutt Det andre var det som representanten Kambe tok opp. Ja, jeg er klar over de utfordringer som kommunesektoren har når det gjelder pensjonskostnader. På en måte er det slik at kommunesektoren nå kanskje er noen av de første som har fått føle på kroppen virkningen av finanskrisa og den uroen som vi ser ute i Europa. Dette er jo en kombinasjon av lav rente, men det har selvsagt også sammenheng med lønnsveksten rent generelt sett. Når det gjelder lønnsanslaget i nasjonalbudsjettet, er det et anslag. Fasiten på hva lønnsveksten blir, får vi til våren når lønnsoppgjøret er avsluttet, og det kan vi komme tilbake til på Det siste jeg vil nevne, er forholdet til Solvens II-regelverket. Det er et EØS-relevant regelverk som etter planen skal innføres i løpet av de nærmeste årene. Timeplanen her er litt usikker, men et rimelig tips vil være i løpet av 2014. Det betyr at det er noe tid før det skal innføres. Et av de viktige spørsmålene i den sammenhengen er hvordan en skal vurdere de forpliktelsene. Det regelverket som nå nede i Europa betyr at en skal fastsette forpliktelsen til en markedsverdi, mens det nå er en fastverdi som er hovedprinsippet med verdifastsettelsen. Det betyr at hvis en går over til et markedsverdiprinsipp, vil det få større følsomhet for renteendringer. Næringen har bedt om et møte med finansministeren. Det møtet skal de få så fort det er praktisk mulig, mulig, og jeg legger vekt på at de skal ha et slikt møte, for da kan vi diskutere og også ta opp de spørsmål som næringen er opptatt av. I tillegg til det vil jeg gjøre det jeg kan for å ha en god samtale med Stortinget, med finanskomiteen og sentrale aktører i Stortinget, slik at vi i fellesskap kan få utformet et godt regelverk som står seg gjennom skiftende tider, og som kan ta hensyn til de mer grunnleggende ting som også interpellanten tok opp. Det er viktig for meg å si det, for her er vi avhengig av å få gode løsninger i fellesskap – og jeg skal prøve så godt jeg kan å bidra

Samtidig er det en stor utfordring at årsaken til frafall ofte ligger langt utenfor fylkespolitikernes rekkevidde. Altfor mange elever har ikke fått et opplæringstilbud som har hjulpet dem til mestring faglig og sosialt – og utstyrt dem med de nødvendige ferdigheter for å kunne henge med i videregående opplæring. Det handler om den kunnskapsmessige ballasten elevene har med seg fra grunnskolen. Elever som sliter med rus og psykiske problemer, tilhører en annen risikogruppe som krever ekstra tilrettelegging og en skolehelsetjeneste som kan bistå med hjelpetiltak som gjør det mulig for eleven å gjennomføre videregående opplæring. Vi har nylig behandlet stortingsmeldingen om spesialundervisning der en av hovedstrategiene er «fange opp og følge opp» og sterk vektlegging av tidlig innsats. Om vi vil forebygge frafall, er det uhyre viktig at videregående opplæring har god nok elevkunnskap til å kunne gripe fatt i problemer fra første dag. Elever som starter i videregående opplæring uten å være forberedt og motivert, er et lite gunstig utgangspunkt. Etter Høyres mening er det da desto viktigere at skolen har beredskap og det nødvendige spillerom til å takle den situasjonen og til å kunne følge tett opp for å få disse ungdommene på rett kurs. Rådgivningstjenesten er kommet i fokus. Mange ungdommer synes å få urealistisk råd når det gjelder hvilke utdannings- og yrkesvalg som kan være det rette for dem. Det er alvorlig dersom unge mennesker loses inn på utdanningsveier man med stor sannsynlighet må forstå at vedkommende ikke vil mestre – og der konsekvensen kan bli drop-out. Jeg har påpekt flere ulike forhold som virker inn på elevers mulighet og evne til deltagelse i utdanning utover grunnskolen. Norge er ikke alene om høye frafallstall innenfor videregående opplæring. Verst hos oss er situasjonen på yrkesfagene og for elever som ikke får den læreplassen de så for seg da de påbegynte Her gir mange opp, og det er kanskje forståelig om de henvises til et alternativ de ikke oppfatter som relevant og tilpasset. Det er i denne kritiske fasen oppfølgingstjenesten kommer inn, eller må komme inn. Tjenesten skal følge opp rettighetselever i videregående opplæring og som ikke er i opplæring eller arbeid. Om oppfølgingstjenesten kan man lese på departementets egne

Oppfølgingstjenesten skal ha en koordinerende funksjon, men skal ikke overta oppgavene til andre etater.» Dette er Høyre helt enig i. Beskrivelsen av oppfølgingstjenesten slutter imidlertid ikke med dette, for departementet erkjenner også svakheter i systemet. Jeg siterer videre: «Et stort antall unge er verken i videregående opplæring eller arbeid. Disse mottar i dag ikke tilstrekkelig oppfølging og bistand. Årlige rapporteringer fra fylkeskommunene viser at oppfølgingstjenesten ikke klarer å komme i kontakt med, og mangler derfor oversikt over, om lag ⅓ av de 30 000 ungdommene som utgjør målgruppen til OT. Det er derfor uklart hvor mange ungdommer som reelt sett har behov for oppfølging og bistand. Ungdommer som står utenfor skole og/eller arbeid er ofte i en vanskelig situasjon. Det er derfor viktig at den oppfølgingen som gjøres fra OT og NAV sees i sammenheng med de øvrige kommunale og fylkeskommunale tjenestene.»

Det krever som departementet er inne på, et tett og koordinert samarbeid mellom fylkeskommuner, kommuner og Nav – og der partene for all del må unngå å ende opp i et svarteperspill. Det norske samfunnet har et stort behov for kvalifisert arbeidskraft på alle nivåer. Betydningen av at unge mennesker får hjelp til å stable seg på beina, bygge sin utdanning stein på stein og komme ut i jobb, kan

Blant disse 15–21-åringene finner vi ungdom som unnlater å søke opptak til videregående opplæring, ungdom som søker, men som av en eller annen grunn ikke tar imot skole- eller læreplass, ungdom som ikke er kommet over i varig arbeid, og sist, men ikke minst, elever og lærlinger som hopper av i løpet av skoleåret. Det er fylkeskommunen som har hovedansvaret for oppfølgingstjenesten. Det er likevel en klar forutsetning for å lykkes at det etableres tett samarbeid med andre instanser med ansvar for tilbud til ungdom. Forebygging av frafall krever nært samarbeid mellom rådgivere i ungdomsskolen, rådgivere i videregående opplæring, PP-tjenesten, oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen og Nav. Alle gode krefter må mobiliseres for at bistanden og tilretteleggingen for de ungdommene dette gjelder, skal bli så effektiv og god som mulig. Vi hører mange historier om svært samvittighetsfulle medarbeidere i OT som reiser hjem til ungdommene og vekker dem, henter dem og får dem på skolen eller til andre alternative aktivitets- og opplæringstilbud. Mange gjør derfor utvilsomt en stor innsats for at disse ungdommene skal komme tilbake på sporet – de strekker seg nesten lenger enn man kan forlange. Noe av ideen bak oppfølgingstjenesten er nettopp at den skal virke oppsøkende. Samtidig skal ungdom vite at de selv kan ta kontakt om de får problemer. Tjenestens mandat er å bistå med råd og veiledning om utdannings- og yrkesvalg, gi tilbud om opplæring, praksisplass eller arbeid, eller en kombinasjon av opplæring i skole og praksisplass i bedrift. Fleksible og skreddersydde løsninger i møte med ungdommer som har falt fra, er etter Høyres mening helt avgjørende om vi skal kunne komme i mål og lykkes. Få vil bestride behovet for oppfølgingstjenesten. Derfor er det også uhyre viktig at tjenesten fungerer og settes best mulig i stand til å løse sine oppgaver. Når det nå ropes et varsku fra flere aktører uavhengig av hverandre, er det grunn til å ta det på alvor. Ifølge rapporter fra fylkeskommunene er det på landsbasis bortimot 9 000 unge under 21 år som ikke følges opp. Samtidig påpeker Kunnskapsdepartementet store

I 2009 hadde bare 36 pst. egne tilbud, med de konsekvenser det kan få. Forskerne mener oppfølgingstjenesten gjør det de skal når det gjelder å få kontakt med ungdommene, men konkluderer med at de ressursene de har til å sette inn overfor ungdommene, er marginale. At noen fylker lykkes bedre enn andre, forklares bl.a. med godt utviklet samarbeid med næringslivet og at det er lett å skaffe ungdom som trenger det,

ungdommene? Dette er en interpellasjon som jeg er veldig glad for å få, for det gir meg en unik mulighet til å orientere Stortinget om en viktig del av det som er vår innsats, Ny GIV, for å sørge for at flest mulig ungdommer gjennomfører videregående opplæring. Den 17. februar i 2009 hadde VG en

Jeg mener oppfølgingstjenesten i fylkene har gjort en kjempejobb. Dette er én av søylene i vår innsats, Ny GIV, for å sikre at vi nettopp klarer å følge opp ungdom og sørge for at flest mulig kommer seg gjennom videregående opplæring. Ny GIV er et samarbeid mellom regjeringen, alle fylkeskommuner og Oslo kommune. Dette partnerskapet handler nettopp om å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Den delen av partnerskapet som styrker oppfølgingen av dem som er utenfor skole eller arbeid, heter Oppfølgingsprosjektet. Dette er et treårig prosjekt for å styrke samarbeidet mellom skoler, oppfølgingstjenesten, fagopplæring og Nav. Ungdom utenfor skal motiveres tilbake til videregående Veien dit kan for noen unge gå gjennom deltakelse i praksisnære opplæringsløp. Dersom full kompetanse på videregående nivå ikke er et realistisk mål, skal delmålet være planlagt grunnkompetanse. Her er opplæringsløpene lærekandidatordningen eller forsøksordningen med praksisbrev. Sistnevnte har godt dokumenterte resultater. Jeg skal komme tilbake til det. Et kortere praksisbasert opplæringsløp er ingen endestasjon. Det er en byggestein på veien til full kompetanse. Dette er det viktigste tiltaket vi kan sette inn for store deler av de ungdommene som i dag utgjør målgruppen i oppfølgingstjenesten. SINTEF-rapporten fra 2010, som representanten viser til, forteller om en oppfølgingstjeneste som er ulikt organisert og ulikt bemannet rundt omkring i fylkene. Vi har eksempler i mellom antall ansatte i oppfølgingstjenesten og resultater i det arbeidet som oppfølgingstjenesten gjør. For eksempel er det store forskjeller i OT-statistikken mellom fylkene, på tross av sammenlignbar geografi, levekårsforhold, elevgrunnlag og frafall. Fra statistikken ser vi eksempler på at ett fylke har tre ganger så mange OT-ansatte som et annet, noe som kanskje forklarer hvorfor det ene fylket har ti ganger flere ukjente og langt færre tiltak enn det andre. Det første fylket har satset på en oppfølgingstjeneste som har hender nok til å gjøre jobben. Vi har eksempler på fylker som har full oversikt over sine ungdommer. For eksempel har Oppland fylke ingen ukjente. Der gjøres det et veldig godt og systematisk arbeid både med å ha oversikt over målgruppen og i oppfølgingsarbeidet. Oppland har også etablert rutiner for å være tidlig inne med oppfølging når en elev er i ferd med å slutte. slutte. Det er et veldig avgjørende trekk. Vi ser også store forskjeller mellom by og land, mellom kjønn og aldersgrupper. Det er vanskeligere å ha oversikt i byene enn på tettsteder. Det er 55 pst. gutter i målgruppen, og målgruppen i OT er de som har avsluttet grunnskolen og fram til og med det året de fyller 21 år, og som ikke er i opplæring eller arbeid, som jeg var inne på. Vi ser at gruppen øker i omfang opp til 20 år for så å reduseres med 21-åringene. Det er f.eks. dobbelt så mange 19-åringer som 16-åringer i gruppen mellom 15 og 21 år. Gjennom Oppfølgingsprosjektet styrker vi nå den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten og samarbeidet med Nav, både på statlig nivå, fylkesnivå og lokalt nivå. Det overordnede målet i Oppfølgingsprosjektet er å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Det er nødvendig å etablere bedre fungerende systemer for en samordnet oppfølging av unge utenfor opplæring og arbeid. Oppfølgingen må bygges på et strukturert og målrettet samarbeid om og helhetlig bruk av samfunnets virkemidler. Noen ungdommer er registrert i oppfølgingstjenesten en kort tid, for så å returnere til videregående opplæring eller til annen formålstjenlig aktivitet. Andre trenger betydelig tett og langsiktig oppfølging. er 4 pst. av alle elever som skrives ut av 10. klasse, verken i opplæring eller i arbeid året etter. Av dem som begynner på Vg1, er 8–10 pst. verken i opplæring eller i arbeid året etter. Risikoen for at unge mennesker skal bli stående varig utenfor arbeid og opplæring øker med tiden de unge er utenfor. Oppfølgingstjenesten skal selvsagt følge opp hele målgruppen, men de mest risikoutsatte i målgruppen skal gis høyest prioritet. En av premissene i Oppfølgingsprosjektet er at fylkeskommunene skal organisere prosjektet i sammenheng med allerede etablerte og velfungerende tiltak. Ny GIV skal bidra til at det beste i fylket videreføres som del av fylkets samlede prosjektdeltakelse i Ny GIV. Fylkeskommunenes del av ansvaret i partnerskapet Ny GIV er å utvikle gode modeller for en praktisk organisert videregående opplæring. Oppfølgingsprosjektet har tre nasjonale innsatsområder: opplæringsmodeller som kombinerer arbeidspraksis med læreplanmål tidlig inn med tverrfaglig oppfølging kompetanseheving for oppfølgingstjenesten Til punkt 1: Fylkeskommunenes videregående skoler og fagopplæring skal samarbeide med opplæringskontorer og bedrifter for å ta i bruk planlagt grunnkompetanse gjennom ordninger som praksisbrev og lærekandidatordningen. Oppfølgingstjenesten skal samarbeide med Nav for å kvalitetssikre at de arbeidsrettede tiltakene har i seg opplæringselementer som er hentet fra det programområdet som er relevant for at tiltaket skal virke motiverende og kvalifiserende for å skaffe ordinært arbeid eller returnere til videregående I prosjektet etableres det nå systematiske samarbeidsrelasjoner mellom skoler, oppfølgingstjenesten og Nav for avklaring, veiledning, tiltaksutprøving og oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid. Skolene skal tilrettelegge for tidlig involvering av oppfølgingstjenesten ved at det avholdes avklaringssamtaler og undertegnes oppfølgingssamtaler i samarbeid med oppfølgingstjenesten og andre instanser før elevene formelt skrives ut av skolen. av skolen. Til punkt 3: Utdanningsdirektoratet har denne høsten samarbeidet med fylkeskommunene og fagmiljøer og utviklet et felles kurstilbud for ansatte i oppfølgingstjenesten og Nav. Vi har hatt 500 ansatte i oppfølgingstjenesten og Nav på felles kurssamling for å styrke samarbeidet om oppfølgingsprosjektet og videreutvikle samarbeidsstrukturene. samarbeidsstrukturene. Det burde dekke omtrent alle som jobber med oppfølgingstjeneste rundt omkring i fylkene. Det arbeides nå med å utvikle og etablere et videreutdanningstilbud for ansatte i oppfølgingstjenesten og for ansatte ved skolene som har sosialpedagogiske oppgaver og ansvar. Tilbudet skal tilbys fra og med høsten 2011. Oppfølgingstjenestens oppgave er å ta kontakt med alle unge som ikke er i videregående opplæring eller arbeid fra og med avsluttet grunnskole til og med fylte 21 år. Fylkeskommunene skal gjennom oppfølgingstjenesten følge opp ungdommene og sørge for at de tilbys opplæring, arbeid eller annen aktivitet. I tillegg skal oppfølgingstjenesten sørge for og koordinere den tverrfaglige sektorielle innsatsen mot målgruppen. For å gjøre det enda tydeligere hvilket ansvar fylkeskommunen har med oppfølging av ungdom som er utenfor videregående opplæring, reviderer vi nå oppfølgingstjenestens forskrift. Det arbeides i disse dager med å oppsummere høringsuttalelsene til forslaget om forskriftsendringer. For å få til dette har det vært viktig å bygge på allerede etablerte samarbeidsrelasjoner og -avtaler mellom fylkeskommunene og Nav i fylkene. Gode samarbeidsavtaler er nedfelt mellom fylkeskommunene og Nav som følge av den sentrale avtalen mellom Arbeidsdepartementet og Fylkeskommunene og fylkesnivået i Nav er derfor oppfordret til å videreutvikle og å konkretisere dette samarbeidet. Det er et sterkt ønske fra oss om at særlig de yngste ungdommene skal følges opp på en slik måte at de kommer tilbake igjen til videregående opplæring. Det betyr ikke at det er det ordinære løpet som passer for alle disse ungdommene. Vi har veldig god erfaring med og en oppsummering av det forsøket vi har hatt med praksisbrev. Vi har gjort det mulig for alle fylkene å ta det i bruk mens vi venter på hvordan vi skal sikre at intensjonene i dette forsøket kan videreføres på permanent basis. Vi har lyktes – med en innsats som bare har vart i ett år – med å oppmuntre dem som har jobbet med oppfølgingstjenesten rundt omkring i fylkene, som ofte har vært en glemt tjeneste, som ikke i noen særlig grad har blitt sett, og som har vært en litt hemmelig tjeneste. Ved å se dem og styrke deres kompetanse har vi altså klart å få redusert antallet ungdom vi ikke visste hvor var, fra 10 000 til 5 000 på ett år. Å bekjempe frafall i videregående opplæring er

Derfor må vi anstrenge oss maksimalt for å få tak i dem og sørge for å gi dem den kompetansen de trenger i møte med senere utdanning og i møte med det arbeidslivet som i fremtiden vil etterspørre dem som verdifulle arbeidstakere. har i arbeidet med denne saken funnet ut at det er svært store forskjeller fylker imellom med hensyn til hvordan man lykkes med dette. Det var også statsråden inne på i sitt innlegg. Jeg er veldig tilfreds med den måten det nå jobbes på, for at man skal kunne lære av hverandre, at det som er beste praksis, enten det er på fylkesnivå, på skolenivå eller på på oppfølgingstjenestenivå, er noe som systematisk skal videreformidles, slik at man skal kunne lære av det. Selv om det er oppnådd veldig gode resultater ved at man nå har sporet opp 5 000 i løpet av det siste året, ser jeg at man er bekymret over at man spesielt i Oslo, Finnmark og Nord-Trøndelag har mange ungdommer man ikke helt vet hvor befinner seg. Statsråden var selv inne på at jo lengre tid det går før man får i dem og får satt dem i gang med enten opplæring, et tilpasset opplegg eller gitt dem en type arbeidstrening, jo vanskeligere er det å få dem tilbake på sporet. Så er jeg og Høyre opptatt av at praksisbrevordningen, som vi vet vi har gjort gode erfaringer med underveis, som nå er endelig evaluert, og hvor man virkelig har satt to streker under svaret og sagt at dette er en veldig god ordning, god ordning, må bli en lavterskelordning som man er villig til å ta i bruk for flere, sånn at enda flere ungdommer kan komme inn i et opplæringsløp som bringer dem fremover. fremover. Så bygger man altså stein på stein. Man får ikke den hele og fulle kompetansen så raskt som man ville ha fått om man gikk i det tradisjonelle løpet, men man greier gradvis å erverve seg den kompetansen som skal til – og så kan man oppnå fagbrev eller studiekompetanse en gang på veien, hvis man jobber godt. Da har jeg bare avslutningsvis lyst til å si at oppfølgingstjenesten er et utrolig viktig sikkerhetsnett sikkerhetsnett for de unge som starter i videregående opplæring, eller som skulle ha startet der. Det er uhyre viktig at det sikkerhetsnettet blir finmasket nok til at vi greier å fange opp og få tilbake de unge, og at vi får til det gode samarbeidet mellom oppfølgingstjenesten, Nav og kommunene, for å sikre at vi lykkes med å nå denne målgruppen. Jeg er

tatt fagbrev eller fått studiekompetanse – og at dette er sårbar ungdom hvis vi ikke får tak i dem. Jeg er veldig stolt av den jobben som oppfølgingstjenesten i samarbeid med fylkene og i samarbeid med oss har gjort nå i løpet av ett år, men vi har ikke tenkt å gi oss før vi finner fram til de siste 5 000, og før vi har på plass tiltak som gjør at vi faktisk ikke bare vet hvor de er, men også kan komme med tilbud om hvordan de kan få hektet seg på et videregående løp igjen. Vi skal ha dette systematiske partnerskapet og samarbeidet med fylkeskommunene gående i en treårsperiode, og det har så langt eksistert i ett år. Jeg har gode forhåpninger om at vi skal lykkes enda bedre med dette. Et annet tiltak, som jeg ikke kom inn på i mitt hovedinnlegg, er at vi også koblet oss på Husbanken, fordi en del av de ungdommene som er i denne risikosonen, bor på ustabile steder. Det kommer man over. Det kan dreie seg om ungdom som kanskje bor på hybel, eller på annet vis. Så vi prøver å lage en skikkelig pakke rundt som skal sikre økt stabilitet. Når det gjelder ordningen med praksisbrev, var at en del ungdommer som hadde fint potensial til å fullføre og ta et fagbrev, ville gi seg tidligere og dermed hadde dårligere kompetanse. Men det vi kan se så langt av dette forsøket, er at et flertall av disse ungdommene blir motivert til å fullføre og ta fagbrev, så det har heller vært en start på et løp de fra før av ikke var motivert til å ta. Og praksisbrev organiseres altså sånn at man har fire dager i jobb, én dag på skole – vanligvis. Det betyr at ungdom, særlig demotivert ungdom og med til dels betydelige kunnskapshull fra får være på en ordinær arbeidsplass og sammen med godt voksne arbeidsfolk finner tilbake både motivasjonen og «gutsen». Det er meget bra. Jeg har god tro på at den suksessen som denne innsatsen har vært det første året, kan fortsette, at vi drar det med oss, og at fylkene kan lære av hverandre. Særlig vil jeg be dem lære av
Neste taler er

Og Karoline Lien i Kirkens Bymisjon forteller at de stadig møter nye ansikter i sitt arbeid, og føyer til: «Det er mange unge som har falt ut av videregående, og som har bodd litt her og der hos kamerater i en tid, men som plutselig står uten et sted å sove.» Da er hoteller og pensjonater og midler til livsopphold gjerne Ingenting er verre enn å plassere arbeidsføre unge mennesker i passivt trygdemottak over tid. Noen forblir en utgiftspost på offentlige budsjetter gjennom et helt liv. I Tønsberg reagerer kommunen på tingenes tilstand med å opprette 33 nye tiltaksplasser i 2012, og det er bra. Jeg skulle ønske at riktig mange kommuner tar eksempel av det. Unge arbeidsføre mennesker skal ikke ha sosialhjelp. De skal ha hjelp tilbake til skolebenken eller hjelp til å komme ut i arbeidslivet – eller rett og slett behandling, noen av dem trenger det også. Det er mulig å få dette til, gjennom et nærmere samarbeid mellom skole, fylkeskommune og Nav og kommunene. Mitt eget fylke, Vestfold, er faktisk et foregangsfylke i så måte, der fylkeskommunen og Nav har funnet hverandre i arbeidet med drop-out-problemene, og faktisk med ganske gode resultater. Lærdommen herfra er at alle må dra i samme retning. Ikke alle klarer det. Samarbeid kan som kjent være en ganske vanskelig disiplin, disiplin, især når aktørene velger å ri sine kjepphester, dvs. krangler om hvem som skal betale regningen, i stedet for å forene krefter. Jeg tror derfor at en klarere ansvarsdeling mellom forvaltningsnivå ville gjøre det lettere å håndtere disse spørsmålene. Som statsråden viste til i sitt svar til interpellanten, har regjeringen tatt grep for å redusere frafallet i videregående skole. Ny GIV, som er et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Arbeidsdepartementet, retter seg som kjent mot ungdom i aldersgruppen 16–19 år som verken har skole eller arbeid. Ungdomsgarantien skal sikre ungdom under 20 år arbeid eller utdanning, og oppfølgingsgarantien retter seg mot arbeidsledige i aldersgruppen 20–24 år. Regjeringen viderefører også tiltaksgarantien, som skal sikre tilbud om arbeidsmarkedstiltak for ungdom mellom 20 og 24 år som har vært arbeidsledige i mer enn seks måneder, og vi har kvalifiseringsprogrammet for de ungdommene som på mange måter står lengst fra en plass i arbeidslivet. Når vi likevel ikke alltid lykkes i å fange opp ungdom som faller ut av skolen, har det sikkert mange årsaker. Noen mener at teoretiseringen av yrkesutdanningen er noe av årsaken, og det er faktisk slik at noen har åpenbart lettere for å lære gjennom praksis. Jeg er derfor glad for at mange bedrifter og kommuner nå gir slike tilbud. Dessuten mangler vi lærlingplasser. Den situasjonen bedres ikke av at offentlige og private oppdragsgivere i altfor stor grad tildeler oppdrag til bedrifter som leier inn arbeidskraft fra Polen og Litauen, framfor å benytte seg av norske lærlingbedrifter. I min tid var det bare en liten del av ungdomskullene som gikk over i videregående utdanning. Siden har vi hatt en utdanningsrevolusjon, og i dag har som kjent alle en rett til å fullføre videregående skole. Da tror jeg også vi må innse at det ikke er alle gitt å fullføre videregående opplæring, men det skal også være plass til dem i et inkluderende arbeidsliv. Det er ofte spørsmål om tilpasset opplæring. Jeg hadde en gang en kamerat som en lang periode ikke klarte å skaffe seg førerkort for bil. Han kom aldri lenger enn til teoriprøven. I dag er ikke det noe problem, det er mulig å måle kunnskap på annen måte. Og han er en god sjåfør!

ikke bruker dyrebar tid på å lete etter opplysninger når elever flytter til et annet fylke, blir syke eller dropper ut av skolesystemet. Det må også stilles krav til fylkene om at de snarest tar systemet ordentlig i bruk. Fra flere hold blir det pekt på at flaskehalsen i arbeidet med å få kontakt med elever i mange tilfeller er Nav, som gjennom ulike avdelinger tilbyr mange ulike tjenester, mens det kun er én avdeling som samarbeider med OT. Dersom ungdom som slutter skolen, henvender seg direkte til Nav, og Nav ikke sender disse til OT, er det fare for at kontakten med OT forsvinner, og det kan bli mye vanskeligere for dem både å komme i og å fullføre utdanning. Her må det gjøres forandringer, slik at Nav, uansett ansvarsområde, innarbeider rutiner for at vedkommende som har rett til tilbud fra OT, kommer i kontakt med eller i det minste tar en samtale med vedkommende. Derfor er det veldig positivt det som kunnskapsministeren nå sier, at OT og Nav har felles møter for å bedre samarbeidet, for det er kjempeviktig

OT har mange og gode opplæringstiltak. Men for en del ungdommer kunne det vært best å ha opplæringsretten til gode og i stedet få oppfølging i et helhetlig tiltak, med vekt på forutsetningene for læring. Faglig kan det ofte dreie seg om å tette igjen hull fra ungdomsskolen. Her er om å tette igjen hull fra ungdomsskolen. Her er samarbeid stikkord. Også hjemkommunen har et stort ansvar, da dette dreier seg om levekår. OT kan her involveres med tanke på yrkesveiledning når ungdommen kommer i posisjon for å ta utdanning. Altfor mange bruker opp opplæringsretten uten å få kompetanse, fordi eleven ikke har vært i stand til å ta til seg kunnskap. Her trengs det etter Fremskrittspartiets syn helhetlige tiltak mellom ulike ansvarlige nivåer.

utdanningsverket. Denne utfordringen må det gripes fatt i. Derfor er det viktig også å følge opp Ny GIV og gripe hurtig inn der dette ikke fungerer. Oppfølgingstjenesten må også gjøres mye mer kjent, slik at det blir en lavere terskel for aktuelle kandidater å ta kontakt med disse.

frafall i denne viktige interpellasjonen, er det også nettopp det vi snakker om. Det har en dyp menneskelig side, i tillegg til, selvfølgelig, den store samfunnsmessige betydningen dette har. Erfaringen så langt, og som både interpellanten og statsråden understreker og viser til, er at vi har mange gode eksempler. Vi har mange gode resultater, men samtidig: Veien er lang for å nå helt i mål, mål, få bort frafallet og håndtere dette bedre. Det er flere etater som må samarbeide – det er etter min mening helt åpenbart. Mange er nevnt allerede i debatten – kommunene, Nav, Husbanken og offentlige etater – men jeg vil også nevne særskilt at næringslivet generelt innebærer en ressurs som med stort hell har vært brukt i en del tilfeller.

lokalt opererer med ildsjeler som enten finner seg annet arbeid etter hvert og går ut av prosjektet, og dermed faller det sammen, eller at det mangler struktur fordi stramme offentlige – kommunale og fylkeskommunale – budsjetter gjør at man ikke klarer å opprettholde prosjektene. Så det må holdes et vedvarende trykk på en systematisk arbeidsform i dette. Men mitt hovedbudskap er at man med fordel også burde involvere flere aktører i dette viktige arbeidet. Fra min plass i justiskomiteen møter jeg – og vi som sitter der – mange av de menneskene som står på frafallsstatistikken; vi finner dem igjen i kriminalstatistikken. Senest i dag hadde vi et møte med en tidligere straffedømt som fortalte sin livshistorie, og den føyer seg inn i dette mønsteret og bekrefter viktigheten av denne interpellasjonen. Han kunne fortelle om en sammenheng helt tilbake til sin egen grunnskoletid, om manglende mestring mestring som opp gjennom ungdomsårene gjorde at han følte behov for å kamuflere sin mangel på å være noe med rusmisbruk og kriminalitet. Han var nå i den heldige situasjon at han hadde klart å komme seg ut av denne vonde sirkelen, men understreket igjen betydningen av utdannelse, det å ha en plattform. Dermed er jeg tilbake at dette er et særdeles viktig tema, både for å ta vare på samfunnets aller viktigste ressurser, nemlig dem som kommer etter oss, og ikke minst for å ivareta den menneskelige dimensjonen i forhold til å ha en plattform, ha et fotfeste, ha en identitet. Da må det et bredere samarbeid til.

I går, helt tilfeldig med hensyn til denne interpellasjonsdebatten, besøkte jeg Nav-kontoret på Hadeland. Det er et kontor som primært dekker kommunene Gran og Lunner, med til sammen 22 000 innbyggere. Med på dette møtet med Nav-ledelsen var rektor ved videregående skole, oppfølgingstjenesten, representanter fra fylkeskommunen, både fra regional utvikling, fra næringssida og fra opplæringskontoret der, og bl.a. den som hadde ansvaret for ungdomsbedrifter. Andre aktører som kunne, og burde, vært med på det møtet, var kommunen, næringshagen, karrieresenteret, arbeidsmarkedsbedriften Hapro og regionkontoret, for alle disse aktørene er inne i et felles arbeid for å hjelpe om lag 150 ungdommer opp til 25 år. Det er altså 150 stykker i to kommuner, med 22 000 innbyggere, som det nå er i ferd med å glippe for. Dette er jo en sammensatt gruppe, men det som grovt kjennetegner denne gruppa, er at en fjerdedel av de 150 har fullført videregående skole, men har allikevel problemer nå i fortsettelsen. En fjerdedel har fullført et par år, en fjerdedel har fullført ett år, og en siste fjerdedel har i grunnen ingenting å vise til fra videregående skole.

fritida. De har opplevd lite mestring og mange nederlag, og de har helt klart fått liten eller ingen hjelp hjemmefra og liten støtte. En del av dem er helt klart del av en kultur de har fått med seg hjemmefra, som går på at det er normalt å gå ut i trygd. Dette er jo et stusselig bilde å tegne av en ungdomsgruppe, og, for all del, det fins unntak, og ikke minst, og det var liksom hovedbudskapet gjennom hele dette møtet: Det er ikke for seint. Det skulle også bare mangle at en ikke nå ga disse ungdommene en ny, positiv og

De var opptatt av samarbeid, helhetstenkning og å vise raushet og fleksibilitet overfor hverandre. De var ikke, som Steinar Gullvåg var inne på i innlegget sitt, opptatt av at det skulle være en klarere arbeidsfordeling. De var tvert imot mer opptatt av at de nettopp skulle bidra til en kultur der de fleksibelt samarbeidet med hverandre. Jeg fikk ikke bekreftet fordommene mine om at det er mange lov- og regelverkshindringer som preger et slikt samarbeid, og som vanskeliggjør et slikt samarbeid i dag. Tvert imot, de fleste var veldig opptatt av at det er mulig å arbeide på nye og gode måter innenfor det regelverket og rammeverket som er i dag. De ville ha mer penger, sjølsagt, men samtidig understreket de at det, som sagt, fortsatt var mye å gjøre, også innenfor de eksisterende ressursrammene de hadde. De var veldig opptatt av – og det setter jeg pris på, som medlem av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen – at det var mye godt arbeid på gang i skoleverket for tida, bl.a. dette med tidlig innsats og en mer variert skoledag, både metodisk og innholdsmessig. De var også glad for ungdomsskolemeldinga Ny GIV, bedre yrkesfagopplæring osv. Det er bra. Nav var veldig opptatt av at de ikke skulle vende samfunns- og arbeidslivet ryggen, for all del, men at de skulle oppdage skolen, og kjøre ressurser inn i skolen, for at den nettopp i større grad, sammen med Nav, kunne virke forebyggende på en langt bedre måte enn den hadde fungert på til nå. Det de bl.a. nå skulle få på plass, var en bedriftskontakt plassert i skolen, slik at skolen ville bli flinkere til å samarbeide med næringslivet på utsida av skolen. Så jeg dro fra Hadeland i går kveld og var veldig oppløftet over at det var et så godt samarbeid på gang på et så viktig

I hjemkommunen min, Dovre, tar vi dette på alvor og har satt i gang prosjektet Ny skole, som kort oppsummert handler om tidlig hjelp, rett hjelp og inkludering. Prinsippet er én lærer per tolv elever i første og andre klasse samt i basisfagene og i mer praktisk rettede fag gjennom hele grunnskolen. Allerede kort tid etter oppstart ser vi gode resultater: lavere andel spesialundervisning, færre enkeltvedtak og mer reelt tilpasset opplæring for å løfte alle. Om noen år vil dette bidra til færre frafallselever fra Dovre. Ny GIV-satsingen er trolig det mest lønnsomme prosjektet noen regjering har satt i gang noensinne. Skreddersøm og tett oppfølging er nødvendig for de elevene som står i fare for å falle ut av videregående opplæring. Derfor bygger også SINTEF-rapporten, som det er vist til i interpellasjonen – og konklusjonen i den – opp under Ny GIV-arbeidet. Oppfølgingstjenesten har en viktig rolle her, den fortjener økt fokus, og ikke minst må den i samarbeid med andre aktører ha en proaktiv og systematisk inngang til arbeidet. Jeg skal – som statsråden også har gjort flere ganger i sine innlegg – skryte litt av hjemfylket mitt, Oppland. De gjør mye riktig oppfølging av frafallselever. Alt arbeid innenfor dette temaet fordrer oversikt over målgruppen, og det har Oppland. Jeg leste årsmeldingen fra oppfølgingstjenesten for 2010, og der var oppfølgingstjenesten bekymret over at de ikke helt hadde oversikt over hvor mellom sju og ti elever var. De jobbet systematisk og godt sammen med andre aktører, spesielt med Nav og kommunene, men også med ungdomsklubber, bedrifter, frivillige lag og organisasjoner, rusteam og barne- og ungdomspsykiatrien. Det er én trend som gir grunn til bekymring: Oppfølgingstjenesten i Oppland rapporterer om stadig flere med sammensatte hjelpebehov, spesielt når det gjelder rus og psykiatri. Da er det viktig at vi klarer å etablere tverretatlig oppfølging, med klart definert ansvar og ikke minst utveksling av informasjon, slik at eleven kan hjelpes på best mulig måte. Derfor må også helse- og omsorgsministeren være en viktig alliansepartner i arbeidet med Ny GIV. Ny GIV har brakt oss et langt steg i riktig retning, men når det gjelder systematikk, reelle tilbud og riktig oppfølging av elever under oppfølgingstjenesten, har vi fortsatt en vei å gå. Vi må lære av de gode eksemplene.
Neste taler er

men jeg synes også vi i statsrådens innlegg hørte at dette er et område hvor det skjer en god del. Det har skjedd mye i positiv retning – lenge. Det er uansett et viktig tema som tas opp, for i denne salen diskuterer vi ofte dem som har falt ut, uten egentlig å diskutere deres situasjon. Vi snakker om frafall, hva vi skal gjøre for å hindre det og vi er nok ikke så gode som vi burde ha vært til å snakke om det. Oppfølgingstjenesten er en veldig bra idé som kom med Reform 94, og som er helt nødvendig for å kunne fange opp og hjelpe alle unge som nå går gjennom videregående Jeg sjekket hva slags informasjon vi gir til ungdom. Det finnes en nettside som heter ung.no, som reklamerer med at det er kvalitetssikret offentlig informasjon for ungdom. Det står om oppfølgingstjenesten at du kan søke hjelp der, at du har rett til å få hjelp dersom du ikke søker videregående skole eller læreplass, ikke tar imot skole- eller læreplass, ikke er i varig arbeid, slutter på skolen eller som lærling i løpet av skoleåret. jeg var elev, ville jeg hatt ganske høye forventninger til hva slags hjelp jeg skulle få i ulike situasjoner, når jeg leste dette. Som mange også har vært inne på: Oppfølgingstjenesten har slitt med at den fungerer ganske ulikt i fylkene. Det er svært og det er store variasjoner i ressursbruk – som statsråden også var inne på – og organisering av og et spørsmål som dessverre har fulgt oppfølgingstjenesten i altfor mange år. Jeg undersøkte litt da jeg skulle forberede meg til dette innlegget. Da fant jeg ut at allerede i 1988 stilte Øystein Djupedal et lignende spørsmål til daværende utdanningsminister, men da var det de ulike arbeidskontorene utfordringen dreide seg om. men da var det de ulike arbeidskontorene utfordringen dreide seg om. Oppfølgingstjenesten har en svært viktig funksjon for å forhindre at ungdom faller ut av opplæring og arbeidsliv. Oppfølgingstjenesten var også et veldig viktig tema da vi diskuterte Utdanningslinja her i Stortinget. Det var da en enstemmig komité som mente at den generelle kvaliteten i tjenesten måtte styrkes, og at oppfølgingstjenesten måtte gis en helt nødvendig prioritet i fylkeskommunens arbeid. arbeid. Komiteen trakk fram at det burde legges til rette for erfaringsutveksling, kompetanseheving og kompetanseoverføring fylkeskommunene imellom. Jeg vet det ikke, men jeg også får litt inntrykk av en del av de innleggene som har vært her i salen, har vært forberedt før vi hørte statsrådens svar, for jeg opplever at mye av det hun sier, følger opp det som Stortinget var opptatt av den gangen. Det er veldig bra at vi får en kompetanseheving for oppfølgingstjenesten. Jeg synes man tenker på en riktig måte i arbeidet, og vi fikk en god gjennomgang av det som gjøres. Jeg synes det er særlig positivt at det nå arbeides med å etablere et systematisk samarbeid mellom skoler, oppfølgingstjeneste og Nav, at dette følges opp med kurstilbud for ansatte, at man styrker samarbeidet om oppfølgingsprosjektet, og Nav, at dette følges opp med kurstilbud for ansatte, at man styrker samarbeidet om oppfølgingsprosjektet, og at man videreutvikler samarbeidsstrukturene. At det nå er 500 ansatte som er på kurs i oppfølgingstjenesten og Nav, viser at dette er noe som det er trykk i. Det er også veldig bra at det etableres et videreutdanningstilbud for ansatte i oppfølgingstjenesten og for skolene som har spesialpedagogiske oppgaver. Altfor ofte klarer vi ikke å gjøre disse tingene samtidig. Vi fyller på med kompetanse uten å endre systemer, og vi endrer rutiner og systemer uten å fylle på med kompetanse. Men jeg synes nå at vi gjør dette på en god måte. Vi har en helhetlig og systematisk tilnærming for å endre organisasjon og gjennomføringsmetode. Vi har lagt merke til at dette er som departementet og statsråden jobber med på andre måter, f.eks. når vi ser på hvordan struktur- og kulturendringer skal implementeres i ungdomsskolemeldingen, som komiteen også jobber med. Da var det alt jeg rakk å si for i kveld, president – men takk. Det er en ny dag i morgen. president – men takk. Det er en ny dag i morgen. Det var vel det Alf Prøysen også sa: «Du skal få en dag i mårå som rein og ubrukt står, med blanke ark og farjestifter tel.» Jeg tror det er det mange ungdommer opplever når de møter oppfølgingstjenesten, nettopp å få den nye sjansen de trenger etter at ting på et tidligere tidspunkt gikk skeis. Jeg har lyst til å takke for en god og reflektert debatt. Det er ingen tvil om at den menneskelige dimensjonen har stått i fokus for alle dem som har hatt ordet her oppe. Nettopp fordi det er unge mennesker dette handler om, er det bare én ting å si, at her kan vi ikke gi oss, vi er nødt til å alliere oss med alle gode krefter som kan får fullført utdanning, får bygget sin kompetanse, som gjør at de kan bli gode arbeidstakere i samfunnet. Jeg har også lyst til å si at jeg tror det er viktig å tenke litt foreldre her, og at det kanskje også er mulig å alliere seg enda mer med foreldrene enn det man tradisjonelt har tenkt. Selv om dette er ungdommer som begynner å nærme seg myndighetsalder, tenker jeg at mange av dem fortsatt har god støtte av foreldrene sine og andre foresatte som kan påvirke dem i positiv retning. Men det å bekjempe frafall krever altså vedvarende trykk, og det krever utholdenhet. Jeg synes både representanten Steinar Gullvåg og Anders B. Werp var inne på konsekvensene hvis vi ikke lykkes. Vi vet at ungdom som faller ut av utdanning, dessverre er å finne igjen var inne på konsekvensene hvis vi ikke lykkes. Vi vet at ungdom som faller ut av utdanning, dessverre er å finne igjen overrepresentert på de negative statistikkene i samfunnet, enten over sosialhjelp, arbeidsledighet eller kriminalitet. Her er det kjempeviktig at man bidrar til å mobilisere til ansvar. Jeg synes også eksempelet fra Tønsberg kommune er verdt å merke seg. Det er altså en kommune som tar ansvar, etablerer disse opplæringsplassene, kommer på sosialkontoret, til Nav, får et tilbud om å være i aktivitet, som betyr at de får struktur i hverdagen, at de får arbeidspraksis, som igjen er viktig med tanke på å komme i bedre gjenge og ta fatt på utdanning. Så synes jeg historien fra Anders B. Werp om den unge mannen som mottok sitt fagbrev, og som sa de forløsende ord om at han opplevde endelig å ha blitt til noe, er betegnende. Jeg tror nesten ingen forstår hvor viktig det er å ha noen sånne milepæler som du opplever å passere, og som du vet kan være helt avgjørende for hvilke dører som står åpne for deg videre i livet. Med disse ord takker jeg igjen for debatten og vil bare understreke hvor viktig det er at her må alle gode krefter spille godt sammen.
til statsråd Kristin Halvorsen

Jeg er enig med Høyre-representanten fra Buskerud, som var opptatt av hvor utrolig inspirerende det er å være på disse tilstelningene hvor man deler ut svennebrev, fagbrev og mesterbrev. Det er faktisk noe av det mest oppmuntrende en kan være med på, fordi det er mange ungdommer og voksne som endelig har nådd målet sitt og fått et papir på de kvalifikasjonene man har, og som er klare for nye oppgaver i i verden. Og – ikke minst: Dette er folk som samfunnet trenger. Vi har for få mennesker som har fagbrev. Vi har et stort behov for å rekruttere flere, og vi har en felles oppgave i å heise statusen rundt yrkesfag. Det er også en del av dette. Så er det avgjørende viktig at næringslivet åpner dørene sine for de mest skoleleie og minst motiverte ungdommene. Jeg har til nå sett så mange eksempler på elever som har hatt mye fravær, mye skulking, som egentlig har hatt en lang historie fra skolen med nederlag på nederlag som gjør at man ikke føler at man mestrer noe, tror at man ikke kan lære noe mer, og selvfølgelig begynner å trekke seg unna, men der en arbeidsgiver har åpnet dørene sine for dem og gitt dem en mulighet for å i første omgang ikke på lik linje med de andre, men mer som håndlanger og assistent, og etter hvert som en stadig mer likestilt person. Det har vist seg å motivere mange av dem som har vært mest fed up med skolen, så de som har åpnet døra si allerede, skal ha en hjertelig takk for det. Jeg ønsker meg mange flere som sier ok, kom igjen, vær med, dere kan få lov til å komme til oss og ta praksisbrev, vi tar imot lærlinger Det er en stor jobb vi har å gjøre for å få flere lærlingplasser. Vi er i ferd med å få til en samfunnskontrakt med partnere for å sikre et forpliktende samarbeid. Vi har en stor jobb å gjøre for å få til en ungdomsskole som er mer motiverende, inkluderende og variert, og som gjør at flere elever mestrer skolen kommer inn på det løpet hvor skolen byr dem så imot. Vi har en stor jobb å gjøre for å få resten av Ny GIV-samarbeidet, det systematiske partnerskapet som staten har med kommunene og fylkene, til å fungere sånn at vi har optimalt trykk på det. Nå har i 15 år 70 pst. av elevene som går ut av ungdomsskolen, gjennomført fem år etter at de gikk ut. Jeg mener det er fullt mulig å få det opp til 75 pst. innen 2015. Da er det 3 000 flere ungdommer hvert år som fullfører videregående opplæring. Da er sak nr. 9 ferdigbehandlet.

representanten Hansen nå

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget. I sakene nr. 8 og 9 foreligger det ikke noe voteringstema. Dermed er

Dermed er dagens sakskart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves?